Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. For Senterpartiet er det særlig viktig å poengtere at en god forebyggende innsats må inkludere flere instanser. Skolen er et opplagt nav i dette arbeidet, men for å oppnå gode resultater må det samhandles mellom hjemmet, fritidstilbud, politiet, helsetjenesten og andre offentlige instanser. Nærhet til disse tjenestene er derfor viktig. Tverrfagligheten avhenger av at alle kjenner lokalsamfunnet, og at instansene kjenner hverandres arbeid før krisen oppstår. Slik sett er Senterpartiets satsing på de gode lokalsamfunnene det beste tiltaket når det gjelder kriminalitetsforebygging. Rusproblemer er ofte inngangen til en varig kriminell livssituasjon. Derfor må forebygging av rusmiddelmisbruk stå sentralt i folkehelsearbeidet. Regjeringen har gjennom Stoltenberg-utvalgets rapport om narkotika nye tiltak på rusfeltet til vurdering. Rapporten er nå sendt på høring, med frist 7. januar 2011. Jeg vil trekke fram det forslaget som utvalget kom med når det gjelder å bruke Internett aktivt: nettsider, blogger og nettsamfunn nettsamfunn for et felles løft mot narkotika. Det handler om å treffe ungdom der de er, og om å tenke nytt om hvordan vi kan gi ungdom mot til å gjøre egne valg. Samtidig mener jeg at komiteen er svært rakrygget når de sier følgende: «Komiteen mener fortsatt kriminalisering av bruk og salg gir klare signaler fra samfunnet om at narkotika ikke godtas.» Jeg er ikke godtas.» Jeg er glad for det. To områder som ligger utenfor justispolitikken, men som likevel er særlig viktige for å legge til rette for gode liv, er barnevernet og tiltak mot frafall i skolen. Det har vært stor oppmerksomhet rundt begge disse områdene. Stadig flere unge får hjelp av barnevernet, men for å yte gode tjenester må barnevernet ha nok ressurser, god fagkompetanse og stimuleres til godt samarbeid. I framtidens arbeidsmarked vil det være krevende for dem som bare har grunnskoleutdanning. For å øke den enkeltes muligheter til arbeid, inntekt og mestring av eget liv vil det være avgjørende at flere får videregående opplæring. opplæring. For samfunnet har dette vært en stor gevinst. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa til bladet Utdanning 23. april i år: «Hvis vi får 10 prosent flere til å gjennomføre, sparer samfunnet fra fem til ni milliarder kroner hvert år. Tidlig innsats, bedre resultater i grunnleggende ferdigheter og en mer virkelighetsnær ungdomsskole kan gi resultater på sikt.» Jeg tror at dette arbeidet ikke er så himla avansert, men at det er viktig å ha god innsats og bredde i tiltakene. Jeg er glad for at en samlet komité ser ut til å dele den oppfatningen, selv om man er noe uenig om hvilke tiltak som er de mest

når me rundt om i Kommune-Noreg er verdsmeistrar i å halde orden på vår alles kjære bilpark. Det blir sørgt for at ein har parkert riktig og for at ein ikkje skal stå eitt minutt for lenge, samtidig som ein lèt unge i risikosona gå ganske så lenge uforstyrra utan at ein grip inn. Politiet står sentralt i det førebyggjande arbeidet. Kristeleg Folkeparti ønskjer eit politi som prioriterer førebyggjande arbeid og tidleg innsats overfor unge i risikosona. I denne samanhengen er nær kontakt mellom skule og politi viktig. Forslaget om at kvar skule skal ha ein eigen kontakt i politiet, er derfor bra. I den samanhengen vil eg gjerne få seie at eit førebyggjande politi er eit politi som er synleg til stades i nærmiljøet. Politiets eigen driftsrapport for perioden 2002–2008 konkluderer dessverre med at det har blitt færre tenestemenn i synleg ordensteneste. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon med politireforma om eit nærmare og meir synleg politi. Denne utviklinga må snuast. Politiet må få økonomisk rom til å auke bemanninga og styrkje det førebyggjande arbeidet. Dessverre finst ikkje dette rommet i regjeringa sitt budsjett for neste år. Når me snakkar om førebygging, vil eg òg uttrykkje skepsis til at stadig fleire lokale lensmannskontor i distrikta blir lagde ned utan at det blir etablert eit betre tilbod for befolkninga. Organisatoriske grep som tek politiet lenger bort frå folk, bør stansast. Kriminaliteten begynner i det lille, i nærmiljøet. Politiet må vere til stades der avsporingane startar og bli kjent med ungdom som er på veg inn i ein dårleg bane. Kristeleg Folkeparti støttar forslaget om at det blir utforma ei nasjonal førebyggjande dopinglovgiving. Doping medfører store psykiske og fysiske skadar for brukarane, og Kristeleg Folkeparti meiner at kriminalisering av dopingbruk kan vere eit nødvendig verkemiddel. Kristeleg Folkeparti støttar òg dei andre forslaga i representantforslaget og vil stemme for dei, unntatt forslag nr. 1, om SLT-samarbeid i alle kommunar, og forslag nr. 7, om rustesting i skulen. Kristeleg Folkeparti ser det ikkje som hensiktsmessig å gjere SLT-samarbeid obligatorisk i kommunane. Kommunane er ulike i storleik og oversiktlegheit. Mange kommunar har funne gode samarbeidsmodellar utan at SLT-prinsippa er følgde til punkt og prikke. Denne fleksibiliteten bør me framleis ha. Når det gjeld rustesting i skulen, støttar me dette, men ser ingen grunn til å støtte eit forslag om det, då det, slik eg har forstått det, allereie er tillate i dag.

forebygge. Jeg tar med meg alle de signalene som kommer på forebyggingssiden, for det er jo slik at når vi diskuterer utviklingen av offentlig sektor og det samfunnet vi lever i, så diskuterer vi i veldig stor grad spørsmål om å reparere – å komme inn når en handling har skjedd, uten kanskje å ha det nødvendige fokus på hvordan vi kunne ha unngått at denne handlingen skjedde. Det er mange tiltak – her må vi virkelig ha bredden med oss. Representanten Geir Pollestad Pollestad var inne på flere punkter i sitt innlegg. Blant annet den bosettingsstrukturen vi har, bidrar til at vi har en lavere kriminalitetsfrekvens enn andre land vi naturlig sammenlikner oss med. Jeg er overbevist om at ved å forhindre urbanisering – det at man bygger opp store byer hvor befolkningen bor, i større grad enn i Norge – unngår vi mye pressproblemer. Det er fascinerende å tenke på at Norge etter andre verdenskrig har hatt en situasjon når det gjelder ungdomskriminalitet, som i hvert fall i forhold til sammenliknbare land, er svært positiv. At 97–98 pst. av dem under 18 år aldri siktes for noe straffbart, skal vi være veldig glad for. Det er skole-, det er helse-, det er barnevernsutfordringer i det. Det er ruspolitikk, og også spørsmål om bosetting. Jeg har lyst til å når det gjelder det å ta nødvendige grep på reaksjonssiden overfor barn og unge, er det kjent at regjeringen har hatt et arbeid gående. Vi hadde et utvalg som var nedsatt i 2007, og som utredet hvilke tiltak samfunnet bør ha til rådighet for personer mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet, og utvalgets rapport, NOU 2008:15, Barn og straff, ble framlagt i 2008. Det er som oppfølging av dette arbeidet at departementet nå jobber med en lovproposisjon med en meldingsdel som vil bli framlagt for Stortinget våren 2011. 2011. Her ser vi nettopp på muligheten for reaksjonsfastsettelse som virker bedre overfor de yngste lovbryterne. Men også i denne sammenheng vil vi ha muligheten til å diskutere barne- og ungdomskriminalitet i et bredere perspektiv, siden vi skal ha en meldingsdel om dette. Jeg mener at mange av de forslagene som er drøftet i denne debatten og i forslaget, vil være relevante når vi jobber gjennom dette. Så har jeg hele tiden sagt, også fra denne talerstolen mange ganger, at jeg mener at det arbeidet som gjøres lokalt nå, gjennom SLT-samarbeidet – men jeg vil også nevne politirådene – er helt avgjørende. Det er derfor vi bl.a. har bevilget stimuleringsmidler opp mot SLT, men det er ikke slik at vi ser det som hensiktsmessig å gjøre dette arbeidet obligatorisk. Der har vi samme begrunnelse som Kristelig Folkeparti har. Det er gledelig å se at selv om ordninger ikke gjøres obligatoriske, griper kommunene det begjærlig. Og når det gjelder politirådene, er det, etter starten i 2007, etablert politiråd i om lag 300 kommuner. Det er et usedvanlig viktig virkemiddel. Vi diskuterte organisert kriminalitet før middagspausen. Der kan man bruke politirådene, men når det gjelder innsats mot barn og unge, Så viser jeg også til den kriminalitetsforebyggende handlingsplanen Gode krefter, med 35 tiltak for økt trygghet, som ble lansert i august i fjor. i fjor. Flere av tiltakene dreier seg nettopp om hvordan SLT-modellen og politiråd kan utvikles, og hvordan vi kan forebygge bedre. Så vil jeg også si at når det gjelder rustesting av skoleelever, som har vært oppe i debatten, så er samtykkebasert rustesting av skoleelever allerede tillatt, og det må foreligge et frivillig og informert samtykke fra eleven som omfatter alle sider av testopplegget. Den enkelte skole som vil foreta rustesting, må sørge for at de har et godt system som sikrer at rustestingen foregår forsvarlig. Også forslaget om å bortvise barn fra sentrumsstrøk er faktisk realisert. Da viser jeg også til den samme handlingsplanen Gode krefter, hvor det under punkt 4.2.3 bl.a. er presisert at påtalemyndigheten kan ilegge barn under 15 år et oppholdsforbud på nærmere angitte steder. steder. Det er nå lovfestet sammen med andre tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet i en ny § 222 c i straffeprosessloven. Så vi er på vei, men vi har mange gode ideer som vi kan ta med oss videre i det arbeidet som skal gjøres. Det blir replikkordskifte. Forebygging er

gjør at regjeringen virker svært lite offensiv i å meisle ut en forebyggende politikk. Er statsråden enig i at regjeringspartiene godt kunne ha stemt for mange av disse forslagene? Jeg mener at arbeidet med forebygging til enhver tid er så viktig at det skal være lov for regjeringa å si at dette skal vi se i en helhet i forhold til det arbeidet som gjøres. Men det er interessant at det med politikontakt lokalt trekkes fram spesielt. Det er ikke så lenge siden jeg i denne sal av Fremskrittspartiet ble kritisert for at vi prioriterer politiet til alt. Nå har vi altså sagt at vi skal komme til Stortinget med en lovproposisjon med en meldingsdel, hvor vi ønsker å se på

og det er det i veldig stor grad andre aktører enn politiet som er nødt til å gjøre. Vår store utfordring nå er faktisk å få andre aktører på banen når det gjelder det å forebygge. Når det gjelder organisert kriminalitet, var vi inne på hvilken rolle kommunen skal spille, hvilken rolle barnevernet kan spille i denne saken, og ikke minst hvilken rolle skolene

sammenheng. Det får vi se når det kommer. Men det er klart at et forslag som forslag nr. 3 her ikke er et veldig ressurskrevende forslag. Det handler om at både elever, lærere og foreldre har kontaktpersoner som de vet de kan ta kontakt med i de tilfellene de har behov for Er statsråden enig i at mange av de forslagene – om ikke samtlige – som opposisjonen her har lagt frem, er forslag som vil virke forebyggende? Vi har gitt våre svar på disse forslagene. Alle kan ikke behandles under ett. Jeg har gått inn på noen av dem og sagt at det faktisk fra politiets side er adgang til å foreta grep både når det foreta grep både når det gjelder ruskontroll og også i forhold til oppholdsforbud. Noen av dem er altså allerede vedtatt. Jeg mener at diskusjonen om forebygging er så viktig at jeg syns ikke det er riktig å si at ingen av disse forslagene er gode.

Vi har sett på Brennpunkt hvordan stadig flere unge gutter sliter med bruk av doping. Vi vet at det kan medføre økt voldsforekomst. Hva er grunnen til at man nå igjen er motstander av en egen nasjonal dopinglovgivning? Det spørsmålet som først og fremst har vært oppe når det gjelder doping, er spørsmålet om kriminalisering av bruk.

med forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. I denne sammenheng mener jeg faktisk at det er andre ting jeg ville ha valgt å prioritere innsatsen på hvis det f.eks. gjaldt kontrollregimet, enn det forslaget. Når det gjelder f.eks. politiets mulighet til å kontrollere både rom og ja til alt. Jeg mener at da må man tåle at det noen ganger også sies nei. Det er altså snakk om replikanten. Replikanten har bedt om ytterligere en replikk og får anledning til å bevise det. Beklager! Poenget er at det ikke er straffelovgivningen jeg snakker om. Antidoping Norge har kommet med forslag til forebyggende antidopinglovgivning. Det er noe helt annet. Men det jeg skal stille spørsmål om nå, er dette med rustesting. Jeg hadde for et par år siden på vegne av Høyre en interpellasjon om samtykkebasert rustesting, og da var det noe av det verste statsråden nesten hadde hørt. Da var det prinsipielle motforestillinger, og det var ikke grenser for hvilke personvernmessige hensyn det reiste – og nå er altså alt greit! Da lurer jeg på: Er det en annen form for rustesting som foregår i skolen nå enn det som vi foreslo? Det var basert på det regimet man hadde fått til på Brundalen videregående skole i Sør-Trøndelag, som altså praktiserte det med hell, og måtte slutte med det. Da var man totalt motstander av å gi dem mulighetene til å gjøre det. det. Da var man totalt motstander av å gi dem mulighetene til å gjøre det. Noe har da tydeligvis skjedd, og jeg lurer på hva som er forskjellen nå i forhold til for to år siden da det var prinsipielt stor motstand mot det. Nå gis det av representanten André Oktay Dahl en beskrivelse av mine utsagn for to år siden som jeg ikke er helt sikker på om jeg kan dele. Når det gjelder spørsmålet om samtykkebasert rustesting av skoleelever, er det, som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

jeg. Jeg vokste opp i det som er Årets barne- og ungdomskommune, Trondheim, og i likhet med mange på min alder har jeg minner fra hvordan det forebyggende arbeidet gikk for seg på 1990-tallet i byene rundt omkring i landet. Det hadde mange ulike uttrykk. Noen uttrykk gjorde mer inntrykk på meg enn andre, og politiet å fange vår oppmerksomhet i kampen mot både alkohol, ulovlige rusmidler og annen uønsket atferd og aktivitet. Jeg husker kanskje spesielt en seanse på barneskolen med Konstablenes Maggaband. Det var et politiband som framførte låter med oppbyggelige tekster. ble en hit i Trondheim på 1990-tallet. Den kassetten er fortsatt i sirkulasjon og er veldig populær blant folk på min alder. Jeg sier ikke dette verken for å spore av eller for på noen som helst måte å latterliggjøre politiets innsats i min oppvekst, men tvert imot for å komme med et litt annet poeng. Noen uker etter et av disse besøkene fra politiet på ungdomsskolen, fra politiet på ungdomsskolen, tryglet jeg mine foreldre om å få delta på årets nattrock på ISAK, som er kultursenteret i Trondheim. Det så ikke jeg på som forebyggende arbeid i det hele tatt. Det gjorde jeg heller ikke da jeg deltok i en teatergruppe som heter Caramba, som satte opp en forestilling finansiert av kommunen som en del av kommunens forebyggende arbeid. For meg var dette et teaterstykke som jeg i. Mitt poeng med disse digresjonene er at forebyggende arbeid som er rettet mot ungdom, kanskje er aller mest effektivt når ungdommen oppfatter det som noe annet eller noe mer enn forebyggende arbeid, at det oppfattes som noe meningsfylt, noe som gir dem mestringsfølelse, noe som får dem til enten å føle seg som popstjerner i noen timer, eller at de føler at de bidrar til samfunnet med noe veldig nyttig som de ellers ikke får bidra med. Det er en dimensjon som jeg syntes manglet nesten fullstendig i innstillingen. Der var forebyggende arbeid redusert til noe litt statisk og et fint begrep, men tomt for det kvalitative innholdet som er så viktig for at forebyggende arbeid skal fungere. Jeg tror jeg kan hevde, uten at mange er uenig med meg, at noe av det aller viktigste forebyggende arbeid som foregår i landet, utøves i idrettsklubber, og kanskje spesielt i kulturinstitusjoner. Det er det viktig ikke å glemme når vi til stadighet diskuterer nye forbud og lovtekster. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10. I den beskrivende teksten til interpellasjonen henviser jeg til en undersøkelse utført av TNS Gallup som viser at så mange som 200 000 nordmenn er

er i en situasjon der de opplever usikkerhet som følge av dette. ID-tyveri har økt som følge av framveksten først og fremst av Internett. Handel og sosial samhandling skjer i økende grad digitalt i samfunnet i dag. dag. Dette er positivt. Dette har mange fordeler. Men saken her om ID-tyveri viser jo også at den utviklingen i aller høyeste grad har skyggesider. Den har en økonomisk og teknologisk side ved at og misbruk av de teknologiske mulighetene skaper usikkerhet for de økonomiske transaksjonene som skjer digitalt. Det viser at teknologien i seg selv kan misbrukes til ulempe for både næringsdrivende og for enkeltpersoner. Det som er bakgrunnen for denne interpellasjonen, er nok likevel først og fremst den personlige eller den menneskelige siden ved det å oppleve ID-tyveri. Det fører til en usikkerhet hos den som blir rammet, ved at hans eller hennes identitet kan misbrukes i virtuelle rom og i sosiale medier og gi en mildt sagt uriktig framstilling av vedkommende person, som kanskje kan følge denne mannen, kvinnen eller ungdommen i verste fall for resten av livet. Det har også en menneskelig side knyttet til det å kunne bli økonomisk utnyttet, utsatt for svindel, samtidig som det også kan ha formelle konsekvenser hensyn til kredittvurdering og straffbare handlinger utført av den som har stjålet identiteten. Skal vi møte denne utfordringen, må vi iverksette tiltak på mange plan. Høyre registrerer med glede at regjeringen har fremmet forslag om endringer i straffeloven 1902 § 190a, hvor ID-tyveri gjøres straffbart med en oppdatert ordlyd i forslaget til endringer i straffeloven. Det vil jeg fra Høyres side, og det er vel ikke veldig overraskende, si at vi stiller oss Men, som sagt, skal vi møte utfordringene knyttet til ID-tyveri, må vi også møte dem på andre områder enn de rent juridiske og formelle. Vi må møte dem med tiltak som synliggjør det personlige ansvar, vi må møte dem med tiltak som bevisstgjør næringslivets ansvar, og ikke minst må vi ha en klar formening om hvor myndighetenes ansvar ligger, slik at dette ikke bare blir et spørsmål fra Høyres side om strafferammen. Det dreier seg i aller høyeste grad også om en bevisstgjøring, bredt, om hvordan vi skal forhindre dette i tiden som kommer. kommer. Det går på bevisstgjøring hos hver enkelt av oss som bruker teknologien i det daglige. Det dreier seg om å få etablert aksepterte standarder for elektronisk identifikasjon – kort sagt gjøre det vanskeligst mulig å stjele andres identitet. Derfor oppsummeres min interpellasjon med følgende spørsmålsstilling: Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og hvilke tiltak akter statsråden å iverksette for å begrense og hindre ID-tyveri? Takk for interpellasjonen. Det er prisverdig, for identitetstyveri må man ta mer og mer på alvor. Det er tyveri som består av innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering av en annen persons personlige informasjon med den hensikt å skade andres omdømme, begå svindel eller annen kriminell handling. Det ligger til grunn for mye uønsket adferd. De som utsettes for dette, vil ofte i lang tid etter krenkelsen oppleve ubehaget ved at uvedkommende har misbrukt, ID-krenkelser kan omfatte svært ulike typer straffbare handlinger, som representanten Werp påpeker, og det finnes ingen entydig definisjon eller avgrensning av begrepet, verken nasjonalt eller internasjonalt. Dette gjør det også vanskelig å måle med stor nøyaktighet hvor stort omfang dette kan ha. I april kartla Statens institutt for forbruksforskning hvilke data som finnes om ID-tyverier i Norge. I utredningen er det også vist til undersøkelsen som ble rekvirert av ID-tyveriprosjektet til NorSIS, som viste at 5,4 pst. av dem som ble telefonintervjuet, hadde blitt utsatt for ID-tyverier. Det var TNS Gallup som sto for intervjuene. Også undersøkelser fra USA, Canada og Danmark syns å indikere at ID-tyverier har et betydelig omfang. Blant de nasjonale og internasjonale aktører som arbeider med ID-tyverier, syns det å være enighet om at problemet er økende. Dette ble også lagt til grunn i Nasjonal strategi for cybersikkerhet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet den 21. desember 2009. Derfor har vi fokusert på det. Ulike former for ID-tyverier vil kreve ulike former for tiltak. For eksempel må misbruk av andres identitet for å unndra seg et straffbart forhold bekjempes med andre midler enn når sensitive persondata stjeles ved målrettede Den eller de aktører som er nærmest til å begrense tap eller skade som følge av ID-tyveri, har også hovedansvaret for å følge opp med tiltak. Det må vi ikke gi slipp på. Det operative ansvaret for å bekjempe ID-tyverier ligger i de berørte departementers underliggende etater og hos sentrale aktører i næringslivet, f.eks. bransjeforeninger, og særlig i de virksomheter som utsteder legitimasjonsdokumenter, f.eks. banksektoren. Blant de viktigste tiltak for å avverge ID-tyverier er å sørge for å skape sikre identitetsdokumenter. Det er bred internasjonal enighet om at bruk av biometriske data er nødvendig for å oppnå ID-dokumenter som er tilstrekkelig sikre mot misbruk. Regjeringa har tatt denne erkjennelsen på stort alvor. Den 19. juni 2009 ble regjeringas forslag om elektronisk lagring av biometrisk Lovendringen, som trådte i kraft straks, ga hjemmel for elektronisk lagring av fingeravtrykk – to fingre – i passdokumentet. Fra tidligere av har vi lagret digitalisert ansiktsbilde i passene. Endringene omfatter alle nye pass som det er søkt om fra og med 6. april 2010. Biometri er i så måte et viktig instrument for å sikre ID. Som ledd i arbeidet med ny straffelov ble det i 2009 vedtatt et nytt straffebud, § 202, om identitetskrenkelse, som også representanten Werp var inne på. Dette er en bestemmelse som har en strafferamme på to år, og har et bredt nedslagsfelt overfor identitetskrenkelser. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men jeg finner grunn til å påpeke at for å være mest mulig effektiv i bekjempelsen av ID-krenkelser foreslo vi den 5. november at man i påvente av ikraftsettingen av den nye straffeloven forskutterer ikraftsettingen av dette straffebudet ved å ta det inn i den gjeldende straffeloven som ny § 190a. Regjeringa legger opp til at loven vil tre i kraft straks den er sanksjonert. Utviklingen av informasjonsteknologi har endret samfunnet og gitt oss nye måter å kommunisere på og løse oppgaver på. Det merker vi alle. Men med den nye teknologien følger også nye former for kriminalitet. Tradisjonell kriminalitet begås ved bruk av den nye teknologien, men den nye teknologien er også i seg sjøl blitt et åsted for nye former for kriminalitet – en av grunnene til at vi fra Arbeiderpartiets side har valgt å gå inn for å gi politiet adgang til å lagre trafikkdata. Hver enkelt av oss må ta personlig ansvar ID-tyverier og misbruk av egen identitet, bl.a. ved ikke å gi fra seg personopplysninger til ukjente og oppbevare sensitive data på en trygg måte. Regjeringa ser det som en sentral del av forebyggingen mot ID-tyverier å stimulere til at den enkelte utvikler sunne holdninger på nettet. nettet. Det var derfor jeg den 17. juni 2009 var med på åpningen av nettsiden idtyveri.info, som har en sjøltest som jeg anbefaler alle å gå inn på. Det var en tankevekkende opplevelse. Pass på postkassen, pass på søppelkassen – i det hele tatt hverdagslige trekk som kan sikre oss mot ID-tyverier, og som jeg tror det er helt avgjørende at folk merker seg. Nettstedet er en del av ID-tyveriprosjektet, som ledes av Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, og mottar støtte fra både det offentlige, Politidirektoratet og Økokrim, og fra sentrale aktører i næringslivet. Regjeringa arbeider for tida med et lovforslag for Stortinget om nasjonalt ID-kort. ID-kortet vil utgjøre et supplement til de nye biometriske passene, og kortet skal inneholde biometriske data i form av digitalisert ansiktsbilde og fingeravtrykk.

fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12. Et av forslagene i rapporten som regjeringa har bedt om tilbakemelding på, er et uttrykkelig forbud mot alene å benytte fødselsnummer til såkalt autentisering – verifisering av en persons identitet. I det videre arbeid med etterkontrollen vil regjeringa ta stilling til om personopplysningsloven § 12 skal endres i samsvar med dette forslaget. ID-tyverier og ID-svindel begås i stor grad ved bruk av moderne dels er Internett selve åstedet for denne typen kriminalitet. Vi må forvente at en stadig økende andel av denne typen handlinger i framtida vil bli begått elektronisk. Samtidig har vi et ansvar for å sikre at politi og påtalemyndighet har de nødvendige redskaper for å bekjempe denne kriminaliteten. Jeg tenker særlig på gjennomføringen av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. For en effektiv etterforskning av ID-svindel og ID-tyverier på Internett må etterforskerne sikres tilgang til identifikasjon av som er benyttet til gjennomføring av den straffbare handlingen. I dag lagrer Internett-tilbyderne denne informasjonen i maksimalt tre uker. Etterforskerne opplever at en så kort lagringsperiode er for kort. Særlig opplagt er dette i saker hvor de først etter tre uker mottar anmeldelse av forholdet. Jeg vil her vise til utredningen til sivilingeniør Svein Willassen, som ble bestilt av Datatilsynet som ledd i høringen om regjeringas forslag til I utredningen framheves etterforskeres adgang til identifikasjon av IP-adresser som alene avgjørende i enkelte saker hvor gjerningspersonen skjuler sin identitet når han bruker Internett ved gjennomføringen av kriminalitet. Adgangen til identifikasjon av brukerdata er avgjørende i de saker dette gjelder, og personvernbetenkningene ved denne typen identifikasjon er små. Problemet med ID-tyverier er også en viktig side i arbeidet med cybersikkerheten i Norge. Den 18. januar i år mottok forsvarsministeren og jeg forslaget til Den 18. januar i år mottok forsvarsministeren og jeg forslaget til nasjonal strategi for sikkerhet på nett fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Blant strategiens hovedmål er å bygge og sikre kritiske IKT-systemer og aktivt avverge og etterforske hendelser. Strategiens tiltak nr. 17 er å sikre nødvendig lagring av data. Det er lagt til grunn at etterforskning av denne typen kriminalitet krever slike data, og at for tidlig sletting vil hemme effektiv etterforskning. Nødvendigheten av datalagring er også understreket i tidligere offentlige utredninger, nemlig Sårbarhetsutvalget, Politimetodeutvalget og Metodekontrollutvalget. Denne interpellasjonen reiser jo usedvanlig viktige spørsmål knyttet til å bekjempe et økende onde, som belaster mange enkeltpersoner mye, og, som interpellanten sier, som kan henge ved deg i mange, mange år framover. Det er all grunn til å forsterke innsatsen mot dette og å gjøre den innsatsen så bred som mulig, ikke minst at vi, hver enkelt person, og også i politikken og i det offentlige, setter i verk tiltak som kan bidra til at vi gjør hva vi kan for å forhindre at ID om oss sjøl kommer på avveier.

Dette dreier seg om en type avansert og ofte også organisert kriminalitet, med det formål å tilegne seg verdifull informasjon eller å skaffe seg økonomiske fordeler med ulovlige virkemidler. Jeg takker statsråden for svaret. statsråden for svaret. Statsråden skisserer en bred tilnærming til dette viktige spørsmålet, alt fra overordnede strukturelle tiltak helt ned til det personlige ansvaret. Det er den samme innfallsvinkel og det samme perspektiv som vi legger til grunn også fra Høyres Statsråden unnlot heller ikke denne gangen å komme inn på datalagringsdirektivets betydning, og da gjenstår det jo naturligvis å se hva som er regjeringens konklusjoner når vi kommer til det, slik at vi også kan debattere den siden i salen her når tiden er moden. Jeg registrerer også med tilfredshet at statsråden kom inn på perspektivet knyttet til en sikkerhetsdimensjon som er ganske ny, dette med cybersikkerhet og NSM, som jo har det overordnede ansvaret for det i Norge, og det arbeidet som ligger der. Der er det nå under

riktig at jeg ikke lar anledningen gå fra meg når det gjelder å kommentere datalagringsdirektivet, det å lagre trafikkdata og datalagringsdirektivets fortreffelighet i forhold til å bekjempe kriminalitet. Men jeg er fullstendig klar over at her er meningene delte, og at det finnes personvernmessige betraktninger opp mot datalagringsdirektivet – jeg bare understreker det. Men jeg er fullstendig klar over at her er meningene delte, og at det finnes personvernmessige betraktninger opp mot datalagringsdirektivet – jeg bare understreker det. Det er imidlertid nyttig noen ganger i debatten når vi diskuterer tiltak opp mot organisert kriminalitet, overgrepsbilder, og nå også ID-tyverier, å se hva slags rolle det faktisk spiller, slik at man skal ha det med seg, og jeg oppfatter jo i høyeste grad Høyre å være på den banen at man faktisk går inn i saken, uten å konkludere for tidlig. Når det gjelder dette at det at politiet ved domstolskjennelse kan få adgang til f.eks. å sjekke IP-adresser, er avgjørende opp mot en del av denne kriminaliteten. Og det syns jeg er viktig. Så litt tilbake til spørsmålet. Vi har altså mottatt en rapport fra NSM om en strategi for cybersikkerhet. er ennå ikke bestemt tidspunkt for når denne skal gå gjennom regjeringsapparatet, og hva slags form dette arbeidet skal ha, så det kan jeg ikke si noe om nå. Men her er det flere departementer som må inn. inn. Det er Justisdepartementet, det er Forsvarsdepartementet og kanskje også Samferdselsdepartementet, som har ansvar for telekommunikasjon. Det som er mitt anliggende her og en av grunnene til at jeg var aktiv i å bestille denne rapporten, er at jeg mener at dette er en av samfunnssektorene, og for så vidt den kritiske infrastrukturen, som nå trenger vern. Så jeg skal gjøre hva jeg kan for at vi skal komme tilbake – gjerne i egnet form også her i Stortinget med tiltak knyttet til de framlagte forslagene så raskt som mulig. Det sier seg sjøl, både når det gjelder spørsmål om ID-tyveri og at uvedkommende tar seg inn i store IKT-systemer, at risikoen for store tap absolutt er til stede. Det gjelder ikke bare ID-tyveri, men også annen type kritisk infrastruktur som kan lammes. lammes. Det er derfor jeg har ivret for at man skulle få fram det arbeidet som er gjort. Dette er jo en offentlig rapport som også Stortinget, og representantene, kan gå inn i. Og i den grad noen av de forslagene som er der, er opplagte, vil jeg ikke utelukke at de også kan bli gjennomført før man kommer med en samlet plan. Jeg vil først takke interpellanten for å ha tatt opp en veldig viktig problemstilling. ID-tyveri er kriminalitet – kriminalitet som kan ha store negative konsekvenser for den det rammer, og

Det er vanskelig å tenke seg noe mer inngripende i privatlivet, noe mer urovekkende, enn at en annen utgir seg for å være deg. Ikke bare har vedkommende tilgang til personopplysninger, han eller hun misbruker dem aktivt. For det andre utnytter ID-tyven normale forventninger om tillit og troverdighet i samfunnet. Det er et kjennetegn ved velfungerende demokratiske samfunn at folk har tillit til hverandre og til samfunnets institusjoner. Vi verken kan, vil eller bør erstatte denne tilliten med kontroll. Det vil skape et utålelig samfunn. Jeg tegnet meg for å understreke at etterforskning og straff ikke kan være vårt eneste svar på denne utfordringen. Selv om en viktig del av arbeidet må gjøres i justissektoren, ligger mye av ansvaret andre steder. Datatilsynet har en viktig rolle, det samme har alle som håndterer personopplysninger. Hver enkelt av oss må imidlertid også ta ansvar. Det handler bl.a. om at vi ikke oppgir personlig informasjon på telefon, at vi sørger for å holde passord for oss selv, og at vi er våkne for signaler om at noe ikke Alle som forvalter personopplysninger i det offentlige, i private bedrifter og i frivillig sektor, må håndtere disse på en måte som sikrer at personopplysningsloven etterleves. Dessverre viser Datatilsynets kontroller omfattende brudd på regelverket på områder som informasjonssikkerhet og sletting. Det ser ut til at dette er et generelt problem, men at mindre bedrifter og små kommuner har noen spesielle utfordringer. I tillegg til å føre kontroll har Datatilsynet et annet viktig formål: å sikre økt bevissthet om personvern. Siden 2005 er Datatilsynets budsjett økt med 45 pst., og tilsynet har aktivt gått inn i arbeidet med å forebygge ID-tyveri. Et eksempel på dette er arbeidet med en selvtest for ID-tyveri som ligger på Datatilsynets hjemmesider. Jeg har fulgt justisministerens oppfordring og tatt testen. Min score var 58 pst., og jeg har iverksatt tiltak.

de aller fleste av oss hadde ikke pc-er hjemme, vi hadde ikke tilgang til Internett, vi betalte ikke regninger elektronisk, vi hadde stort sett ikke kort for å komme inn på Stortinget eller på andre arbeidsplasser, og det var ikke elektroniske bompengeringer. Dette viser altså hvilken rivende utvikling man har hatt. Og jeg tror det aller meste av dette er en utvikling vi alle gjerne vil ha. Jeg husker da jeg fikk min første bankbok, som jeg hadde lenge. Da måtte jeg gå i banken og levere 100 kr over disk, og så skrev bankpersonalet, som for øvrig kjente min familie tre generasjoner tilbake og var trygg på hvem jeg var, beløpet inn for hånd og satte et frimerke pålydende 100 kr i boka. Nå tror jeg ikke at jeg har vært i tror jeg ikke at jeg har vært i et banklokale på flere år. Dette viser den utviklingen vi har hatt. Vi legger altså igjen elektroniske spor overalt. Og det har skapt en helt ny arena for for kriminalitet – en type kriminalitet som får store konsekvenser for dem som rammes. I tillegg gir dette også muligheter for store gevinster for dem som ønsker å begå kriminalitet innenfor dette området, og det er en type grenseløs kriminalitet. en type grenseløs kriminalitet. En person kan i dag altså legge igjen elektroniske spor over hele verden ved bare å sitte på et kontor her på Stortinget, ved å kjøpe ting på nettet, foreta betalinger, osv. Derfor kan også disse sakene være utfordrende å etterforske for ressurser. Dette fikk justiskomiteen god innføring i da vi besøkte Økokrim tidligere i år. Elektroniske spor kan også være lette å slette, slik at det kan være vanskelig å finne ut hvor kilden er. Dette kan sette samfunnssikkerheten i stor fare. I dag er jo bl.a. hele banksystemet vårt basert på det elektroniske, og det skal antageligvis lite til før disse systemene kan settes ut av spill. Jeg sendte før helgen et skriftlig spørsmål til justisministeren, som jeg antar at han ennå ikke har besvart. Det fremkom i media nå nylig at det er 140 000 pass som er blitt borte på seks år – det er ganske mange pass i løpet av ett år. Hva skjer med de passene, og hvilken holdning har norske myndigheter i forhold til å følge det opp? Et annet poeng er: Hva bidrar det offentlige med for å Et annet poeng er: Hva bidrar det offentlige med for å begrense muligheten for å begå identitetstyveri? Vi har jo den årlige debatten med skattelistene, hvor økonomisk informasjon om hver enkelt innbygger legges ut på nettet – tilgjengelig for Stadig flere offentlige tjenester kommer heldigvis på nettet. Men hva gjør det offentlige for å begrense mulighetene for å snappe opp og få tak i informasjon som hver enkelt av oss legger ut? Det synes jeg justisministeren kunne si en del om, for dette handler om at både det offentlige og hver enkelt av oss må ha en aktiv holdning til hvordan vi skal begrense dette. Og så trenger vi en stor personverndebatt i Norge. Jeg vil starte med å takke interpellanten for å ta opp denne saken og dermed bidra til oppmerksomhet rundt spørsmålet om som jo er en av verdens sterkest voksende kriminalitetsformer. På samme måte som det er svært ubehagelig å tenke at noen har vært inne i boligen din i forbindelse med et innbrudd, er det også svært ubehagelig at andre skal gå rundt og gi seg ut for å være deg. Jeg har selv vært utsatt for noe jeg ikke skal omtale som et men følelsen var litt den samme: I min tidlige politiske karriere hadde jeg en navnebror på Jæren som var ivrig skriver av leserbrev i lokalavisen. Han var engasjert i Fremskrittspartiet. Det var en ubehagelig følelse noen ganger. Det var vanskelig å vite hvem som var meg, og hvem som var han. han. Han er uskyldig i dette. Han var eldre enn meg, så i den grad noen skal beskyldes for tyveri, måtte det være meg. Når det gjelder ID-tyveri, kan regjering og storting legge til rette for at det skal bli vanskeligere å stjele andres identitet. En kan bidra til bedre å sikre teknologiske løsninger for identifikasjon, f.eks. på Internett, og en kan etterforske og straffe ID-tyveri på en effektiv måte. Men jeg tror fortsatt at den beste måten å bekjempe dette på, er en bevisstgjøring hos hver enkelt av oss. Vi tar mange forholdsregler mot f.eks. innbrudd i hverdagen, men personopplysningene våre er vi ikke gode nok til å passe på. Det kommer tydelig fram når en ser at 200 000 nordmenn har vært utsatt for dette. Men jeg vil også framholde verdien av et samfunn der det er lov å være litt naiv. Jeg ønsker ikke et samfunn der vi skal ha hengelås på postkassen vår, eller hengelås på søppelspannet vårt. Jeg ønsker et samfunn der vi kan kommunisere fritt. Utfordringen er at summen av tilgjengelig informasjon er sterkt voksende. Internett har mye av skylden for dette: Det blir lettere å innhente og systematisere informasjon om hver enkelt av oss. oss. Statsråden klarte ikke dy seg, han måtte trekke inn EUs datalagringsdirektiv i denne saken. Jeg mener også at EUs datalagringsdirektiv er relevant i denne saken, men jeg har en motsatt konklusjon. Jeg mener at en storstilt offentlig innsamling av hvor vi beveger oss og hvem vi kommuniserer med,

misbrukt. Jeg legger også merke til at statsråden trekker inn lovbrudd som jeg ikke kan forstå annet enn må være under den strafferammen som Arbeiderpartiet i sitt vedtak har satt for bruk av trafikkdata. Ja, det er ubehagelig å ha en navnebror i Fremskrittspartiet, men det er også svært ubehagelig å tenke seg at all min kommunikasjon og alle mine bevegelser skal bli lagret av staten. Det er også svært ubehagelig – hvis en legger regjeringens høringsutkast til grunn – at svært små telefonselskap med noen få ansatte skal håndtere denne informasjonen. Så kampen mot ID-tyveri kan ikke bekjempes med mer kontroll og lagring. Det vi trenger, er en diskusjon om hvordan vi kan få bedre sletterutiner sånn at de sporene vi

ansvaret – også fra systemets side må man ivareta hensynet til personvern. Det er vi helt enige i. Så til representanten Kielland Asmyhr, som jo fortsatt er en ung mann, men som likevel kunne gi oss et historisk tilbakeblikk på de siste 20–25 årene – for så vidt et godt beskrivende tilbakeblikk som jeg også synes illustrerer saken. For hvis vi framskriver denne utviklingen 20–25 år, kan vi med stor grad av sikkerhet si at hastigheten på endringene bare vil øke i forhold til det tilbakeblikket Kielland Asmyhr ga til kjenne, noe som igjen understreker betydningen av som flere representanter har vært inne på, bare blir viktigere. Samtidig må vi slett ikke heller glemme myndighetenes ansvar for å møte dette temaet. Vi kunne i forlengelsen av det som har vært sagt her på talerstolen i denne interpellasjonsdebatten, også brukt mye tid på, på, og brakt inn i debatten, offentliggjøringen av skattelistenes betydning i dette i en kriminalitetsmessig sammenheng. Hvor sikker er den kritiske infrastrukturen i Norge i forhold til målrettede angrep? Det er altså en spennvidde i diskusjonen, med utspring i ID-tyveri, som er ganske stor, og som viser at dette er en sak med mange dimensjoner. Min personlige oppfatning er vel at dette antageligvis bare er starten på en stor debatt som Stortinget vil møte i mange fasetter i tiden som kommer. I alle fall vil vi fra Høyres side jobbe videre med temaet og sette dette inn i en sammenheng som gjør at vi kan løfte dette opp på en slik måte at det skaper større sikkerhet i samfunnet.

Høringsnotatet bærer jo preg av at det nettopp er de kommersielle aktørene som fortsatt skal lagre, men at man ikke lagrer med hensyn til faktura og klage. Men man har en plikt til å lagre fordi politiet kan få bruk for det i noen sammenhenger. Når representanten Pollestad litt retorisk sier at svært få telefonselskaper skal lagre store mengder data og spør om hva slags sikkerhet har vi rundt det, er jo situasjonen i dag at disse dataene lagres. Man framstiller det som om dette er noe nytt. Man lagrer altså for faktura- og klageformål. Det er jo slik at ut fra høringsnotatet fra regjeringas side og debatten rundt direktivet, om det å lagre trafikkdata og innføre en plikt, vil man nettopp ha muligheten for å få mekanismer som sikrer de personvernmessige betraktninger som man ikke har i samme grad i dag. Sånn sett vil jo ny lovgivning på dette området bidra til å styrke personvernet,

Men der har vi altså muligheten for i spesielle forbrytelser der vi er helt avhengig av trafikkdata, f.eks. ID-tyveri, at den nye bestemmelsen i straffeloven av 1902, altså § 190, kan benevnes spesielt, slik at man i de sakene har mulighet til å få innsyn. Man må nettopp ha det hvis man skal kunne etterforske denne type saker. Jeg mener at det er at man kan etterforske lovbrudd knyttet til ID, og at det vil styrke personvernet. Det viser jo etter mitt skjønn at det ikke er svart–hvitt i denne debatten. Så vil jeg avslutte med å si det mange har vært inne på: Vi trenger jo mobilisering av det personlige ansvar knyttet til vår identitet og de dataene vi omgir oss med. Det er bare å se på hva våre barn og hva vi sjøl gjør på Internett, hva slags sider vi besøker, hvor viktig det er å ha bevissthet rundt det. Når det gjelder passene, er det riktig at det blir borte mange tusen pass. Men det er jo først og fremst fordi besitteren har mistet dem eller somlet dem bort etter at man har fått passet i besittelse. Jeg tror det er 25 000 som i løpet av de siste årene har blitt borte, mens det er 250 stykker som forsvinner i posten. Det viser jo at det i stor grad er et personlig ansvar å ta vare på nettopp så viktige dokumenter. Dermed er debatten i sak nr. 11 avsluttet. Vi er klare til å gå til votering.

har

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra André Oktay Dahl på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre